Stortinget tar nå pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vil det bli votering kl. 15. Stortinget er da klar til å gå til votering. Sak nr. 1 var redegjørelse av arbeids- og sosialministeren. Presidenten foreslår at redegjørelsen av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker holdt i Stortingets møte 24. oktober 2019 vedlegges protokollen.